Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen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

Komiteen er vidare samd i og innforstått med behovet for å tydeleggjera enkelte paragrafar i lova slik at lova uttrykkeleg heimlar ei distriktsretta garantiordning. Dette behovet vart synleggjort ved implementeringa av delt eigarskap mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunane. Presiseringane komiteen foreslår, gjeld også eksisterande distriktsretta risikolåneordning.

Det er også ein samla komité som foreslår å ta bort overgangsreglane, og vi helsar dei språklege endringane som er foreslåtte, velkomen. Evalueringa av Innovasjon Norge har vore ute på høyring, og saka vil koma til Stortinget til behandling. Då vil vi alle få høve til å koma med synspunkt og diskutera Innovasjon Norge inngåande. Då vil vi også ha med oss kva høyringsinstansane har sagt. I dag diskuterer vi lovendringane, og, som sagt, det er inga usemje om dei foreslåtte endringane eller andre framlegg til vedtak i lova. Mindretalet har likevel eit tilleggsframlegg i form av bestilling til regjeringa. Det går eg ut frå at mindretalet gjer greie for

Derfor prioriterer Kristelig Folkeparti i sitt alternative budsjett for 2011 mer midler til innovasjon. Vi økte støtten til innovasjonstiltak gjennom BIA, Innovasjon Møbel, til innovasjon og næringsutvikling gjennom SIVA, forsknings- og teknologiutvikling i havbruksnæringen, verdiskapingstiltak i landbruket, slik at nye prosjekter i små og mellomstore bedrifter kan sikres finansiering. Innovasjon er trolig den viktigste drivkraften for utviklingen av samfunnet. De siste 200 årene har verden opplevd en økonomisk vekst uten sidestykke i historien. Veksten har medført en økning i levestandard til et nivå få trodde var mulig for bare en generasjon siden. generasjon siden. Tilvenningen til økningen har gått like raskt. Det ville vært utålelig for de fleste å gå tilbake til levestandarden i f.eks. 1979 – uten Internett, mobiltelefon og rimelige flyreiser, for å nevne noen endringer vi har opplevd de siste 40 årene. Denne utviklingen er det nytenkende og innovative sjeler som står bak. Utviklingen av nye og innovative ideer er ofte nyttig for flere bedrifter enn bare den som utvikler dem. Men utviklingen av ideen kan ofte innebære en større risiko enn den de tilgjengelige investorene evner å ta. Derfor kan slik offentlig prosjektstøtte gjøre at utvikleren også kan ta hensyn til eksterne effekter. som Innovasjon Norge forvalter, sikrer finansiering av prosjekter der risikoen er større enn den risikoen som tilgjengelige investorer evner å ta. I tillegg til å stille med garantiordninger og annen hjelp til finansiering stiller Innovasjon Norge også sin kompetanse og fagkunnskap til rådighet. Dette bidrar til både å bedre prosjektet og sikre

fire til to år, mener vi at det er en god løsning. Det gir større fleksibilitet enn den nåværende løsningen og skal heller ikke gå ut over den kontinuiteten som er nødvendig i et styre, da det ikke skal være noe hinder for å bli valgt på nytt etter to år. Når Innovasjon Norge også stiller seg bak forslaget, ser jeg det som helt uproblematisk.

Vi forutsetter at Stortinget i løpet av 2011 får seg forelagt en egen sak med gjennomgang av Innovasjon Norge når det gjelder både organisering og virkemiddelapparat. Selve saken er vel grei. Regjeringen foreslår i

slik at loven uttrykkelig hjemler en garantiordning. Presiseringen gjelder også den eksisterende distriktsrettede risikolåneordningen som finansieres av fylkeskommunene. Regjeringen foreslår også enkelte oppdateringer og språklige endringer i loven for å gjøre den lettere tilgjengelig. Disse endringene har ingen materiell betydning. Jeg er glad for at komiteen støtter våre forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge. Jeg har også merket meg at komiteen er kjent med at evalueringen av Innovasjon Norge har vært på høring, og at de ser fram til at Stortinget får saken til behandling. Regjeringen er opptatt av at de næringsrettede virkemidlene er treffsikre og effektive, og at det er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de ulike offentlige virkemiddelaktørene. Evalueringen av Innovasjon Norge og SIVA, med tilhørende høringsrunder, har i så måte gitt regjeringen viktige innspill til hvordan virkemiddelapparatet bør videreutvikles slik at det i større grad tilpasses næringslivets framtidige behov og bidrar til å nå målet om nyskaping og lønnsom næringsutvikling. For å framskaffe et ytterligere beslutningsgrunnlag gjennomfører Nærings- og handelsdepartementet nå bl.a. en egen evaluering av Innovasjon Norges internasjonale virksomhet og en samfunnsøkonomisk analyse av effektene av den samlede offentlige finansieringen av reiselivssatsingen. Vi vil også utlyse et eksternt oppdrag knyttet til organisering og finansiering av ulike typer innovasjonsselskaper som en del av oppfølgingen til evalueringen av SIVA.

Han sier jo da det samme som flertallet sier, at han kommer til Stortinget med en sak om Innovasjon Norge. Men så forstår jeg nå at departementet har satt i gang en god del arbeid i tillegg, både det internasjonale og andre ting. Da vil jeg gjerne vite: Kommer det til å forsinke den saken som vi får til Stortinget? Skal dette inn også der? Og kan statsråden si noe om tidshorisonten for når dette

har denne internasjonale virksomhetsevalueringen og reiselivsevalueringen blitt satt i gang etter den opprinnelige evalueringen, bl.a. fordi vi mente at dette ikke var godt nok belyst i den store evalueringen. Så sånn sett tror vi det nok er fornuftig å fremme forslag for Stortinget når vi ser helheten, selv om det ikke er til hinder for at ting vi allerede ser i den første evalueringen, kan bringes til Stortinget, f.eks. i forbindelse med budsjettproposisjonen til høsten dersom det er aktuelt. Så vi tar ting i tur og orden og vil så raskt som mulig legge det fram for Stortinget.

litt når statsråden sier at det kan hende at litt av det vil komme i forbindelse med budsjettet til høsten, dvs. at det ikke er sikkert at evalueringen kommer til høsten i det hele tatt. Statsråden bør i hvert fall ta med seg at det bør komme som en egen sak, for dette er et svært virkemiddelapparat. Det er veldig viktig at det ikke drukner i en rekke andre ting og at man dermed

Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hver partigruppe og inntil 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen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 Eg vil fyrst kort gjera greie for innhaldet i Dokument 8:14 S for 2010–2011 om eigarskifte i små og mellomstore bedrifter og deretter for fleirtalets syn. Vi er alle her samde med forslagsstillarane i den viktige rolla små og mellomstore bedrifter spelar i det norske samfunnet, likeins at ein ser på korleis ein kan leggja betre til rette for vekst og utvikling i dagens og framtidas

Eit av tema i den næringspolitiske strategien for små og mellomstore bedrifter er nettopp eigarskifte, medrekna generasjonsskifte i bedrifter. Når så forslagsstillarane slår fast at dei vil ha eit kursskifte i norsk næringspolitikk, meiner eg det er grunn til å stoppa opp litt. Den raud-grøne regjeringa gjennomførte nettopp eit kursskifte i 2005, bort frå ein næringsnøytral politikk og over til ein aktiv næringspolitikk. Det raud-grøne kursskiftet har ført til 300 000 fleire arbeidsplassar. 200 000 av desse arbeidsplassane er komne i privat sektor. Dette kursskiftet må vi vareta og forsterka – ikkje reversera til igjen full fokusering på skattekutt, slik forslagsstillarane gjer. sjølv om formuesskatten er gjord meir rettferdig og treffsikker, bl.a. ved monaleg auka botnfrådrag. Også arveavgifta er gjord meir rettferdig. 90–95 pst. av alle avgiftspliktige får lågare arveavgift i dag enn dei gjorde før regjeringa Stoltenberg. For å leggja betre til rette for gjennomføringa av generasjonsskifte i mindre familieføretak

Eg vil òg kort nemna lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd, omstillingslova, der det er lagt til rette for at eventuelle interessentar får anledning til å drøfta om det er mogleg å kjøpa bedrifta for å driva ho vidare. Rett til drøfting med sikte på vidare drift og eventuell overtaking av verksemder som vert vurderte lagde ned, er òg med i hovudavtalen mellom LO og NHO for Fleire av utfordringane som forslagsstillarane her sett lys på, vil eg slett ikkje kimsa av, men tvert om ta med inn i ei heilskapleg vurdering for at næringspolitikken, medrekna generasjonsskifte, skal vera ledd i ein god, aktiv næringspolitikk med føreseielege og gode rammevilkår. Først vil jeg fremme det forslaget som Fremskrittspartiet er

Alle arbeidsplasser er like viktige fordi de er med på å bygge opp under nettopp den velferd vi har og også er avhengig av i framtiden. Så kan man diskutere hvor mye den enkelte skal bidra med, og på hvilken måte. Derfor er det viktig at det er et regelverk som er oversiktlig og greit, at man har rammevilkår som man kan leve med, og ikke minst at man Derfor er det viktig med slike saker som den her i dag, Dokument 8:14 S, som tar for seg eierskifte i små og mellomstore bedrifter. Alle disse bedriftene står alene for ca. halvparten av verdiskapingen i Norge. For alle disse eierne er det av den største betydning at det føres en næringsvennlig politikk samt en skatte- og avgiftspolitikk som føles rettferdig. Svært mange bedrifter står overfor et generasjonsskifte, noe som alltid vil skje. Men dagens samfunn, med muligheten til å lykkes og/eller få et liv fylt av opplevelser og livskvalitet, er helt nytt og annerledes enn det var for den generasjonen som vurderer å gi seg i dag. Derfor må samfunnet hele tiden vurdere å tilrettelegge for en ny generasjons bedriftseiere. Fremskrittspartiet har gjennom alle år gjort det de kan for nettopp å ivareta denne viktige næringsdelen og dens eiere og ikke minst ansatte. Fremskrittspartiet har gjennom debatter, interpellasjoner og forslag i Stortinget, i fylkesting, i kommuner etc. fremmet saker som belyser situasjonen, samt kommet med forbedringsforslag, slik at bl.a. lønnsomhet og tidsbruk skal bli så riktig som mulig. Fremskrittspartiet er opptatt av at de som Fremskrittspartiet er opptatt av at de som selger livsverket sitt, også får noe igjen for dette, og at ikke så stor del forsvinner i skatter og avgifter. For at nye skal kunne overta, må det også være noen som vil selge. Derfor må samfunnet ikke bare ivareta kjøperne, slik som regjeringen ønsker, i forbindelse med salg av landbrukseiendommer med maksgrense på pris, men ivareta begge parter. Kjøper og selger er like viktige aktører i denne prosessen.

Svært mange av eierskiftene er innenfor familien, og overdragelsene er også annerledes. Mens det tidligere bare var én av den nye generasjonen som overtok, kan det nå være flere barn som sammen overtar bedriften. Her må det være enklere å danne f.eks. et AS eller få en annen form som man ønsker, på firmaet, og arveavgiften må fjernes. Det samme må formuesskatt på arbeidende kapital dette nettopp for å ivareta den nye generasjon drivere. Mange bedrifter sliter også med særavgifter som konkurrerende i andre land ikke har. Dette skaper selvfølgelig en konkurranseulempe for oss. Forenkling av bl.a. innrapporteringer og et altfor stort skjemavelde er en annen måte å få hverdagen til bedriftene til å bli bedre I dag brukes det forholdsvis mye tid på administrative gjøremål framfor på å produsere og utvikle nye produkter. Mange bedrifter sliter med mangel på kapitaltilgang for å møte morgendagens konkurranse. Dette kan ha mange årsaker, men klarer man å skape en større tro på framtiden, vil også kapitaltilgangen øke. De fleste av oss vil ha sikkerhet for investerte midler og helst tjene på Det er dette som gir innovasjon og nytenking. Når det gjelder det offentlige virkemiddelapparatet, må dette både forandres og forbedres. Det kan virke som om det er mange politiske særhensyn som preger innovasjonsarbeidet. Her tenker jeg på kjønn, type produksjon, geografi m.m. Det må bli helt uavhengig av alt dette og gjøres nøytralt uavhengig av f.eks. bosted. Det viktigste må være at vi får resultater – og resultater som varer inn i framtiden. Spørsmålet om du skal få støtte eller ikke, må være avhengig av ideens kvalitet og mulighet til å lykkes. Representanten Per Roar Bredvold har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er bedrifter, kanskje så mange som 40 pst., står foran et eierskifte de neste ti årene. Derfor er det gledelig at statsråden i sitt svar til komiteen er enig i problembeskrivelsen. Det er gledelig at saksordføreren også gir godlyd om problembeskrivelsen. Det er positivt og blir enda mer positivt hvis vi kommer til å se konkrete resultater av Arbeidet er i gang, sier saksordføreren, men foreløpig forstår jeg av statsrådens brev at dette er på samtalestadiet i disse rådene som statsråden har, og vi har jo sett hva f.eks. Olav Thon tenker om disse rådene. Men det er fint hvis dette kan konkretiseres litt mer, og at man tar opp denne problematikken i det som man jobber med. Jeg har lyst til å snakke litt om eierskiftene i familieeide bedrifter, og der er det ofte snakk om generasjonsskifter i tusenvis av private bedrifter over hele landet. Der er skatte- og avgiftsnivået en vesentlig sperre ved eierskiftene, særlig ved generasjonsskifter. Arveavgiften slår ofte hardt ut, selv om det er gjort forbedringer. Men den årlige tappingen av bedriftenes eiere gjennom formuesbeskatning, uansett om det er overskudd eller ei, bidrar i negativ retning. Det kanskje aller viktigste ved dette – og det har ikke vært nevnt av noen – er det med å lette eierskiftene ved å gjøre medeierskap enklere for de ansatte. Veldig mange eierskifter skjer ved at det er ansatte som overtar. Da er det viktig å legge til rette for det på et tidlig tidspunkt, slik at eierskiftene kan styres på en god måte for bedriften. Jeg har lagt merke til at Soria Moria-erklæringen skriver noe om at man må se på dette. Jeg venter i spenning, sammen med både ansatte og eiere rundt omkring, på en konkretisering av dette, for jeg tror at det er viktig. Det er noe av det aller fremste man kan gjøre – til og med arveavgift og formuesskatt vil jeg sette i annen rekke etter det, hvis vi kan få bedre betingelser for ansattes medeierskap. Men det ligger også på skattesiden. Så har jeg lyst til å si til saksordføreren, som er litt fornærmet fordi vi snakker om et kursskifte i næringspolitikken, og sier at kursskiftet kom i 2005, da man forlot nøytral næringspolitikk. Næringsnøytralitet er det bare Jens Stoltenberg som har snakket om i denne salen. Det har ikke Høyre snakket om. Jeg legger merke til at de rød-grønne også snakker mye mindre om aktiv næringspolitikk, etter at det stort sett viste seg å være å sparke styreledere i nattens mulm og mørke, gå inn i bedrifter tilhørende norske milliardærer, osv. Det har heller ikke vært noe spesielt glansbilde. Derfor tror jeg vi skal komme litt ned på jorden her, for her snakker vi om små og mellomstore bedrifter. Det er dem det er flest av; det gjelder 99 pst. av bedriftene. Da er f.eks. arveavgiften helt vesentlig, i tillegg til skattebetingelsene for de ansatte. Arveavgiften – selv med de endringene som har vært gjort ødelegger svært mange generasjonsskifter innen familier, ved at det må selges ut. Jeg tror at det antall bedrifter og det antall arbeidsplasser som kan komme ut av eierskifter, særlig innenfor generasjonsskifter, er betydelig og underkjent. Særlig er det underkjent at dette vil skje i de årene som ligger framfor oss. Så når jeg sier at det trengs et kursskifte, tror jeg at jeg har dekning for å si det. Så kan det godt hende at det kommer noe ut av statsrådens overlegninger i de forskjellige rådene som kan overraske meg, men først og fremst må det ses på skattesiden. Det er vesentlig for småbedriftene, og først og fremst må det gjøres noe for at de ansatte over tid kan stimuleres til å være med. De reglene som er nå, er antikverte, forhistoriske og gir absolutt ingen incitamenter til at bedriftene går inn på det. Det er ei viktig sak som blir teken opp av forslagsstillarane. Små og

Undersøkingar som fleire har vore inne på her i dag, viser omfattande eigarskifte i norsk næringsliv og at små og mellomstore bedrifter i nær framtid vil få eit ganske stort renn av eigarskifte. Derfor er det viktig å leggje til rette for at dette kan skje på ein god måte, slik at vi sikrar arbeidsplassar og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter. Næringsministeren har i brev til komiteen orientert om kva regjeringa gjer for å leggje til rette for eigarskifte. Næringsministeren har også informert om at det er sett i gang eit arbeid med ein næringspolitisk strategi for små og mellomstore bedrifter. Det vil vere naturleg at eigarskifte er ein rimeleg sentral del i strategien for små og mellomstore bedrifter, ut frå at eigarskifte skjer relativt hyppig i denne type bedrifter. Forslagsstillarane etterlyser informasjon og støtte frå det offentlege. Noreg ligg langt framme når det gjeld å gi informasjon over Internett og annan elektronisk informasjon. Det som er antyda frå forslagsstillarane, at det kan vere aktuelt å gi meir informasjon om eigarskifte på Altinn, synest vi i SV er eit interessant forslag som det er grunn til å følgje opp.

Det kan godt vere at det rettleiingsapparatet også skulle få ei større oppgåve i retning av å rettleie i samband med eigarskifte, som på mange måtar kan vere ein innovativ fase i ei bedrift. Ei problemstilling som vi bør sjå på, i tillegg til det som har med dei økonomiske forholda å gjere, er om det er eit større behov for kompetent rettleiing i samband med eigarskifte. Forslagsstillarane, og for så vidt også representanten Flåtten, var inne på det med dei tilsettes eigarskap i bedriftene. SV er oppteke av bedrifter som er heileigde av dei tilsette. Det er også skrive i Soria Moria, i regjeringserklæringa, at regjeringa vil sjå på forholda for bedrifter som er eigde av dei tilsette, og det står også at ein vil sjå på samvirkebedrifter. Eit av dei forholda som er krevjande i bedrifter som er eigde av dei tilsette, og det står også at ein vil sjå på samvirkebedrifter. Eit av dei forholda som er krevjande i bedrifter som er heleigde av dei tilsette, og også for samvirkebedrifter, er tilgangen på kapital. I dei bedriftene vil eigenkapitalen vere avgrensa, og det er også krevjande å få inn tilstrekkeleg framand kapital. Så det å sjå på situasjonen i lånemarknaden for dei bedriftene som er heileigde av de tilsette, eller som er av samvirketypen, synest SV er ei viktig sak som vi bør følgje opp. Det er også grunn til å sjå på om det finst organisasjonsmodellar for bedrifter eigde av tilsette som kan gjere organiseringa av denne type bedrifter lettare enn i dag.

Regjeringa arbeider med å utarbeide ein strategi for små og mellomstore bedrifter, og det er bl.a. etablert eit strategisk råd som skal komme med innspel til dette arbeidet. Eit aktivt næringsliv er grunnleggjande for vidareføring og utvikling av velferdssamfunnet. Eit næringsliv med mange små og mellomstore bedrifter gir breidde og variasjon i næringslivet og sikrar arbeidsplassar og verdiskaping også i framtida. Dette inneber eit breitt spekter av verkemiddel, som satsing på forsking, kompetanseheving, tilgang på kapital, forenkling og avbyråkratisering. Investering i infrastruktur er ein grunnleggjande del av ein heilskapleg næringspolitikk. Denne regjeringa har allereie teke nokre viktige grep for å betre rammevilkåra for små og mellomstore bedrifter. Endringane i arveavgifta vil f.eks. medføre at mellom 90 og 95 pst. av alle avgiftspliktige får lågare

Regjeringa har bl.a. gjort formuesskatten meir rettferdig ved at dei som har dei største formuane, no betaler ein større del enn før. Botnfrådraget er auka frå 151 000 kr i 2005 til 700 000 kr i 2010. Resultatet er at mange som betalte formuesskatt i 2005 på heilt normale formuar, om lag 500 000 personar, no slepp formuesskatt heilt. Dei små og mellomstore bedriftene har bl.a. ikkje eigne forskingsavdelingar, og den offentlege innsatsen mot næringslivet i forskingsaugeméd må først og fremst rettast mot denne målgruppa. SkatteFUNN har vist seg å vere eit godt verkemiddel, og Senterpartiet meiner at denne ordninga må vidareførast som ei skatteordning og vidareutviklast slik at fleire tek ho i bruk. SkatteFUNN må innrettast slik at også mindre bedrifter greier å nyttiggjere seg forskarkompetanse for nyskaping og kompetanseutvikling i bedrifta og lokalsamfunnet. Universitet og høgskular må premierast for fruktbart samarbeid med næringslivet, og det må finnast gode og sterke forskingsmiljø i alle delar av landet kor det blir stimulert til samarbeid med bedriftene. Vi står ved et veiskille i norsk næringsliv. Som saksframlegget viser, kan så Vi står ved et veiskille i norsk næringsliv. Som saksframlegget viser, kan så mange som 40 pst. av alle bedrifter her i landet stå foran et eierskifte de neste ti årene. Det gjør at den tilretteleggingen vi gjør de nærmeste årene for at eierskifte i bedriftene går smidig og uproblematisk, vil ha veldig stor effekt på det fremtidige livsgrunnlaget Folkeparti har merket seg at regjeringen arbeider med en strategi for små og mellomstore bedrifter. Vi ønsker imidlertid ikke bare å få den oversendt når den er ferdig, men vi ønsker å være med på å utforme den. Jeg synes det er synd at regjeringspartiene gang på gang ignorerer ethvert forsøk fra opposisjonen på å bidra til den strategien som utarbeides. Det burde vært i alle partiers interesse å få en god forankring og grundig gjennomgang av rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Nå er håpet at vi finner igjen noen av opposisjonens mange gode forslag i regjeringens kommende strategi. Nye og etablerte småbedrifter er helt sentrale. Uten dem stanser Norge. Men der nye bedrifter i snitt skaper to arbeidsplasser, viser undersøkelser fra EU-kommisjonen at et vellykket eierskifte i småbedriftene fører til at i snitt fem arbeidsplasser blir videreført. Derfor er fokuset på smidig eierskifte så viktig for Kristelig Folkeparti. Det er i de små og mellomstore bedriftene en stor del av verdiene i landet vårt skapes. Tre fjerdedeler av norske bedrifter er eid av familier. For familiebedrifter er arveavgiften en snublestein som gjør at mange ikke klarer å la neste generasjon overta. Kristelig Folkeparti vil derfor at betaling av arveavgiften skal utsettes i minst ti år ved generasjonsskifte. Hvis bedriften drives videre, bortfaller en tiendedel av avgiften hvert år, og dersom bedriften drives videre i minst ti år, betaler man

Ikke i noe land slår formuesskatten inn på så lave formuesnivå, og ingen land har så dårlig skjerming av arbeidende kapital som Norge. En annen viktig sak for små og mellomstore bedrifter er forenkling. Mange offentlige regler, skjemaer og påbud fører til unødvendige rapporteringskrav og kompliserte regelverk, og det brukes altfor mye krefter på og penger til å gjøre dette arbeidet. Derfor ønsker Kristelig Folkeparti en forenklet aksjelov for småbedriftene, og vi vil innføre solnedgangslovgivning både statlig og kommunalt samt utarbeide strategi for eierskifteutfordringene i familieeide bedrifter. Kristelig Folkeparti støtter derfor forslag nr. 1, slik det framgår av innstillingen. Det er

retorikken. Handlingen er totalt fraværende, og det er en kjensgjerning at under den sittende regjeringen har eierskifte i små og mellomstore bedrifter blitt dyrere og mer komplisert, særlig når det gjelder generasjonsskifte i familieeide bedrifter, og når det gjelder skifte mellom norske eiere. Det er en villet politikk, og det er rimelig umulig å forstå. Det blir altfor lett å hevde, slik svært mange representanter fra regjeringspartiene gjør, at det å fjerne arveavgift og redusere formuesskatt er Det er svært unyansert, for å si det forsiktig. I forrige uke var Venstre på besøk hos Aass Bryggeri i Drammen, en bedrift som har vært familiedrevet i fire generasjoner, og hvor femte generasjon ting er om de vil. Det får være deres frie valg. En annen ting er de utfordringene denne bedriften har fått etter at regjeringspartiene la om arveavgiften, slik at arv av aksjer blir langt dyrere enn før. Det vil anslagsvis utløse en arveavgift på 7 mill. kr for femte generasjon Aass å ta over driften av Skal det la seg gjennomføre, må man tappe bedriften for større verdier enn nødvendig i stedet for å investere de samme midlene i den nødvendige fornyelse av f.eks. driftsmidler eller nye markedsstrategier, som ofte følger i kjølvannet av eier- og/eller generasjonsskifte. Det samme gjelder på sett og vis for formuesskatten. Formuesskatten må betales uavhengig av lønnsomhet og likviditet. For at eierskapet ikke skal bli en løpende økonomisk belastning for eierne, må bedriften betale ut utbytte, slik at de får godtgjort for formuesskatten. I den grad utbyttet overstiger skjermingsrenten, må eierne også betale skatt på utbyttet. Det skjer dermed en trippelbeskatning av investering i næringsvirksomhet – først skatt på overskudd, så skatt på formuesverdien av bedriften og deretter skatt på utbytte for å betale formuesskatten. Jeg vil peke på fem områder som jeg mener bør med i en strategi for eierskifte i små og mellomstore bedrifter: en strategi for eierskifte i små og mellomstore bedrifter: redusere kostnadene ved generasjonsskifter ved fjerning av arveavgift og gjeninnføre aksjerabatt i formuesbeskatningen forenkle eierskifter til tredjepart og ikke minst til ansatte etablere administrative støtteordninger for å hjelpe til med å finne etterfølgere og nye eiere opparbeide kunnskap om eierskifteutfordringer gjennom nasjonale kompetansesentre og tilgjengelig informasjon på offentlige nettsteder

Et viktig virkemiddel for å øke tilhørighet, delaktighet, medbestemmelse i bedriften er å tilby eierposisjoner. For mange familiebedrifter er medeierskap et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg kompetente medarbeidere og ledere. Dessverre er denne type tankegang rimelig fraværende hos regjeringen og i regjeringspartiene. Tilbake til Aass Bryggeri: For to år siden skrev klubben ved bryggeriet følgende i et åpent brev til regjeringen: «Som stolte ansatte i en ærverdig gammel industribedrift undres vi i økende grad over myndighetens motvilje mot norske små og mellomstore bedrifter. Vi opplever at bedriftenes rammebetingelser stadig forringes og at de siste endringene forverrer situasjonen ytterligere.» Og videre: «Som arbeidstakere ved Aass Bryggeri er vi bekymret for bedriftens da generasjonsskifte mest sannsynlig vil komme i nær framtid. Hvorfor skal bedriftenes eiere straffes for at de hele veien har tenkt på bedriftens beste? Uten personer som er villige til å utsette sin kapital for større risiko ville det vært dårlig med arbeidsplasser i Norge.» Jeg kunne ikke ha sagt det bedre selv. Og dette kommer altså ikke fra eierne, men fra de ansatte i bedriften. De påpeker det åpenbare, som dessverre flere og flere bedriftseiere melder tilbake til oss. I stedet for å gi anerkjennelse til dem som tør å satse, som skaper arbeidsplasser for seg selv og noen til, møtes de ofte med mistenksomhet av regjering og representanter fra regjeringspartiene. Slik skaper vi ikke grunnlag for den verdiskaping som skal sikre framtidens velferd. Vi som politikere må gå foran i en holdningsendring hvor det å starte, eie og drive næringsvirksomhet belønnes

skapes og opprettholdes arbeidsplasser. Regjeringen setter både mulighetene og utfordringene til små og mellomstore bedrifter klart på dagsordenen. La meg bare begynne med å si at jeg er glad for engasjementet i Stortinget rundt dette. Jeg er også glad for de forslagene vi får til gode tiltak, som kommer enten i Dokument 8-forslag eller ulike andre sammenhenger. Vi tar det med oss når vi utarbeider strategier. Men jeg er ikke bestandig helt enig i virkelighetsbeskrivelsen, for sannheten om norsk næringsliv er jo at det går svært godt. Vi har mer enn 200 000 flere arbeidsplasser i Norge i dag enn vi hadde da den rød-grønne regjeringen overtok i 2005, og 150 000 av dem har kommet i privat sektor. Vi har flere bedrifter i Norge enn noensinne. Så norsk næringsliv går godt. Vi har faktisk kommet ut av en finanskrise som det land i Europa som har lavest arbeidsløshet. Det betyr ikke at vi nødvendigvis blir vinneren i morgen. Det å være verdensmester i dag betyr ikke å være verdensmester når slaget står neste gang. Derfor må man stadig forbedre seg og ikke minst legge til rette for at også små og mellomstore bedrifter kan bidra til den Gode eierskifter og generasjonsskifter bidrar til nettopp det. For samfunnet er det viktig at de bedriftene som har et verdiskapingspotensial, blir videreført. Vi er opptatt av at dyktige eiere og ansatte sammen skal ha mulighet til å begrense omstillingskostnadene og legge til rette for innovative og verdiskapende bedrifter og trygge arbeidsplasser. Som komiteen skriver – og som jeg også har svart til komiteen – er virkelighetsbeskrivelsen at svært mange selskaper står overfor et generasjonsskifte. Et forhold som er trukket fram, er at når bedriftseieren nærmer seg pensjonsalder, faller ofte den årlige verdiskapingen, og man risikerer at verdiene i bedriften forvitrer. Det er ikke bare selve skiftet som er nøkkelen, men det er også tiden før skiftet og tiden etter skiftet. Derfor blir det altfor snevert å fokusere bare på kostnadene, eventuelle avgifter og de økonomiske tingene ved selve generasjonsskiftet. Hemmeligheten ved å videreføre en god bedrift, hemmeligheten ved å opprettholde og forsterke verdiskapingen ligger i et mye mer omfattende bilde.

mål for forenklingsarbeidet i Norge. Vi har også varslet det største enkelttiltaket noensinne, nemlig revisjonspliktfjerning for små aksjeselskaper. Det pågående arbeidet i Altinn II-prosjektet vil innebære en ytterligere forbedring og utvikling av Altinn-portalen, slik at næringslivet vil få tilgang til relevante elektroniske tjenester fra offentlig sektor, uavhengig av hvilken etat som yter Denne politikken reduserer kostnadene og forenkler hverdagen for en rekke etablerte foretak. Generasjons- og eierskifter er et viktig tema i arbeidet med en strategi for små og mellomstore bedrifter, både fordi mange bedrifter står foran et eierskifte i de nærmeste årene, og fordi små og mellomstore bedrifter – enda sterkere enn mange andre – kanskje er avhengige av en svært driftig eier. Kanskje er det gründeren selv som har bygget opp selskapet, og det å videreføre et lite eller et mellomstort selskap krever ofte mer av enkeltpersoner som skal overta stafettpinnen, enn når det gjelder de store selskapene. Jeg er klar over uenigheten i denne sal om formuesskatt og arveavgift. Det er en diskusjon som helt sikkert kommer til å fortsette. Men det er viktig å ta med seg at disse pengene også går til gode tiltak på et statsbudsjett, som også kommer små og mellomstore bedrifter til gode, ikke minst innenfor forskning og innovasjonsarbeid. Vi vil beholde dagens skatte- og avgiftsnivå, men har aldri avvist fornuftige justeringer. Den debatten vil helt sikkert fortsette i budsjettsammenheng. Det blir replikkordskifte. Om det er regjeringens ære eller ikke at vi har flere bedrifter og

at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har en merknad på bare noen få setninger, mens Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har merknader på tre sider i denne saken. Og da er spørsmålet: Er en ikke noe særlig interessert i eierskifte i små og mellomstore bedrifter, når en ikke skriver noe mer? Men det jeg konkret ville spørre om, er: Når kommer dette? I brevet sier statsråden at det jobbes «med en næringspolitisk strategi for små og mellomstore bedrifter». Og da blir det litt på linje med det som var i forrige sak: Når kommer denne til Stortinget? Når får vi være med på å drøfte og behandle denne? Jeg synes små og mellomstore bedrifter og forenklingsarbeid er et av de temaene vi diskuterer oftest i Stortinget, både gjennom spørretimer, gjennom interpellasjoner, gjennom Dokument 8-forslag og i andre sammenhenger. Også i budsjettsammenheng husker jeg vi hadde det som tema. Jeg opplever at vi har mange anledninger til å drøfte dette, og det tar vi med oss. Det er ikke slik at vi tror at de rød-grønne partiene kan klekke ut alt som er lurt. Det tror jeg også opposisjonen kan.

så snart han tar seg en runde, tror jeg. Derfor overrasket det meg å høre representanten Holmelid da han refererte til mitt innlegg og til Soria Moria-erklæringen, og tolket den slik at dette gjelder bedrifter heleid er altså ikke snakk om at man skal veien om å eie litt. Er dette også statsrådens tolkning av det som står i Soria Moria? Har jeg da svevet i forventninger som aldri vil bli innfridd i forhold til dette? La meg først få ta en feil. Representanten Flåtten hadde risikert som statsråd å bli beskyldt for feilinformering av Stortinget når han sier at som statsråd å bli beskyldt for feilinformering av Stortinget når han sier at det gikk like godt i forrige regjeringsperiode som under de rød-grønne. Det er rett og slett uriktig. Fra 2005 til 2009 ble det over 200 000 flere jobber i Norge. 70 000 av dem kom i offentlig sektor, og 150 000 kom i privat sektor. Fra 2001 til 2005 – da det var borgerlig styre – ble det, tror jeg, om lag flere arbeidsplasser i Norge, omtrent nullvekst i offentlig sektor, og disse kom da i privat. Det er større økning i antall jobber i Rogaland fylke under den rød-grønne regjeringen enn det var i hele Norge under den borgerlige. Jeg aksepterer at det er andre som har ære eller skyld, men man kan i hvert fall ikke beskylde de rød-grønne for å ha ødelagt norsk næringsliv. Hva Alf Egil Holmelid mener, må representanten ta med Holmelid. Litt i forlengelsen av det

sa. Jeg kunne også tenkt meg en forklaring fra statsråden om han ser det på samme måte. Gjelder dette også overfor bedrifter der en lavere andel av medarbeiderne er på eiersiden? Jeg synes det er veldig positivt at man endelig skal få et mål om reduksjon i skjemaveldet. EU har jo innført det, så vi blir da et av de siste landene i Europa som faktisk setter et slikt mål. Det er veldig fint at det kommer på plass. Men mitt spørsmål til statsråden blir: I forbindelse med at vi behandlet en sak her i salen om å få en egen stortingsmelding om små og mellomstore bedrifter, så var regjeringspartienes svar kategorisk nei, men statsråden åpnet for at man kanskje kunne få en egen sak til Stortinget om det. Kan statsråden si om han har bestemt seg nå? Kommer det en egen stortingsmelding? Eller blir dette også en strategi på regjeringskontorene? Nei, jeg mitt. Regjeringen skal lage en strategi. Den er ikke tenkt sendt til Stortinget for behandling der, den er tenkt sendt ut til bedrifter, etater og alle som legger rammene for små og mellomstore bedrifter. Men selvsagt vil sikkert elementer i den strategien være stortingsrelevante. For eksempel når vi endrer revisjonsplikten, er jo det en lovsak som må til Stortinget for behandling. Hvis vi gjør ting med kravet om aksjekapital, må det til Stortinget for behandling. Hvis vi får endringer i skattelov og regnskapslov som medfører lettelser, må det hit. Hvis vi lager en informasjonstjeneste for bedrifter som står overfor et eierskifte, eller et generasjonsskifte i familieeide bedrifter osv., er jo det budsjettsaker som gjerne også må behandles i Stortinget. Så i mange sammenhenger får Stortinget lages dette som en strategi – det ligger i ordet at det er departementsbehandlet. Hvis det hadde vært en melding, hadde vi kommet til Stortinget med den. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Den saken som representantene fra Høyre har tatt opp i dette representantforslaget, er

Ja, vi må jo for Guds skyld – unnskyld uttrykket, president – passe oss for at vi ikke får for mange debatter i Stortinget, og at Stortinget skal engasjere seg i saker som regjeringen selv mener er for viktige til at andre skal ha noen mening om. Men vi skal nok få mer enn nok tid til å komme tilbake til hver enkelt av de tingene som kommer. Jeg skal prøve å illustrere med et enkelt tilfelle som viser hvor vanskelig et eierskifte kan være,

for å kunne overta din egen families bedrift. Heldigvis har fiskeriministeren sagt at hun skal se litt på dette. Bakgrunnen for min utfordring til statsråden om å få en melding til Stortinget knyttet til små og mellomstore bedrifter er jo nettopp at Stortinget skal få være med og diskutere alle rammevilkårene, ikke bare for den fragmenterte biten som statsråden helt åpenbart har tenkt å komme med hvis man skal endre noe i aksjeloven, og hvis man skal se på formuesskatten – noe jeg ikke tror man kommer til å gjøre, i hvert fall ikke i riktig retning. Men det som skremmer meg mest, er representanten Holmelids innlegg. Med henvisning til Soria Moria-erklæringen når det gjelder medeierskap i bedriftene, skulle man fokusere på de heleide, nærmest det kollektivistiske, kollektivistiske, og samvirkebedriftene, men man unntar da nettopp de bedriftene som er med på å løfte opp de ansatte til å være med og drive bedriftene sine, kanskje med en 10–15–20 pst., kanskje enda mer. Det skal man da altså se bort fra. Jeg håper statsråden har en annen innstilling, og det tror jeg faktisk også statsråden har. I min replikk til statsråden sa jeg at det gikk godt også frem til 2005, og

bord.» Jeg tror at statsråden skal være varsom med å skryte for mye, for vi har hatt en konjunkturbølge som har brakt oss fremover. Men den har ikke hjulpet alle, og den hjelper ikke alle som skal foreta eierskifter. Da er jeg litt tilbake til ikke skatt og avgift, jeg er tilbake til å finne måter som kan lette eierskiftene. Da mener jeg helt bestemt at en når det gjelder ansattes medeierskap over tid, i tråd med det statsråden sier om ikke å ha for snevert fokus, men å ha et bredt og ikke minst et langvarig fokus, hvor den som skal overdra bedriften, enten det nå er til neste generasjon eller til andre medarbeidere, kan få tid på seg til ikke å bruke av overskudd kanskje til høye bonuser og høye lønninger for å beholde dyktige medarbeidere som vedkommende vet kan bringe bedriften fremover i kunne invitere til et medeierskap, slik at også de kan diskontere sin egen arbeidsinnsats inn i fremtiden. Jeg tror det er veldig viktig, og det er ikke bare retorikk fra min side. Jeg har sagt flere ganger fra denne talerstol at jeg faktisk har hatt et håp til Soria Moria-erklæringen på dette området om at man egentlig mente noe med det, og at vi kanskje skulle komme atskillig lenger på det området. Derfor er det skuffende at næringsministeren kanskje er i så slett lune at han ikke ville svare på replikken min om hva representanten Holmelid mener. Derfor skal jeg ikke utfordre ham på det, hvis han har en dagsform som tilsier det. Men siden jeg har ordet, vil jeg heller utfordre Holmelid selv til å si om dette er noe det er felles oppslutning om blant disse partiene, for det er det faktisk viktig å vite. Hvis vi vet at dette blir det ingenting av, så får vi heller mase mer om skatt og avgifter. I matematikken har vi noko som skil mellom å vere eksklusivt og vi heller mase mer om skatt og avgifter. I matematikken har vi noko som skil mellom å vere eksklusivt og ikkje eksklusivt, og eg trur vi skal bruke det i denne saka. Det eg la vekt på i innlegget mitt, var at SV er oppteke av å leggje til rette for heileigde, tilsetteeigde bedrifter og samvirkebedrifter, og det er vi stolte av.

det er greit å konstatere at generasjonsskifte i mange bedrifter er krevende. En bør ikke bruke for store ord når en erkjenner det. Det har vi sett, og erfarer mange eksempler på. Men det er også slik at systemet i det norske samfunnet ikke er svart-hvitt. Når jeg erkjenner det, vil jeg også erkjenne at både arveavgiften og formuesskatten har en fordelingsmessig virkning og en stor betydning, tror jeg, i forhold til legitimiteten i det norske skattesystemet. Jeg tror det er ganske grunnleggende. Jeg blir litt skremt når opposisjonen også i denne sak i velkjent stil hopper bukk over den erkjennelsen. De er ikke villige til å trekke erkjennelser begge veier, men maler det litt sånn Jeg er veldig tilfreds med det næringsministeren har sagt i sitt svarbrev til komiteen. Det tar opp i seg en del av de utfordringene som ligger der, og som det er viktig å fokusere videre på. Men jeg synes den debatten som Stortinget har hatt en rekke ganger når det gjelder forhold knyttet til små og mellomstore bedrifter, veldig fort blir svart-hvitt, og det er litt synd på en måte. måte. For å fortsette retorikken litt har jeg lyst til å understreke: Det er lov å tjene penger. Det er lov å drive næringsvirksomhet. Ja, det er sågar lov å bli rik i det landet her. Ja, det er faktisk sånn at vi er ganske takknemlige for det. De investerer, og de opprettholder aktiviteten. Mange små og mellomstore høy aktivitet i Norge. Det er der de har sitt marked, det er der de fungerer, og det er det som er noe av et helhetlig system. Lav ledighet – høy sysselsetting – er viktig for små og mellomstore bedrifter. Så skal ikke jeg fortsette retorikken fra 2005 og fram til nå, og det som skjedde i perioden før, men bare konstatere at etableringen av antall arbeidsplasser er historisk høy. Den har vel aldri vært så høy som fra 2005 og fram til 2009. Arbeidsledigheten i perioden 2005 til 2010, inkludert finanskrisen, har ikke vært høyere enn den var de fire foregående For sysselsetting og aktivitet har Norge vært inne i en glimrende posisjon. Det er utvilsomt et faktum. Forleden kveld var næringskomiteen på treff med Bergen Næringsråd. 14 000 medlemmer hadde de hatt på over 100 møter i den siste tiden. Den største utfordringen som ble nevnt, var tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Denne problemstillingen var ikke nevnt med ett ord.

enighet, med selvfølgelig noen nyanser i Det norske storting. Jeg har lyst til å minne komiteens leder på at denne saken – dette forslaget – gjelder hvordan vi kan legge til rette for eierskifter i små bedrifter. Når komiteens leder refererer til at man trenger arbeidskraft i norsk næringsliv – kvalifisert arbeidskraft – er ikke det noe nytt i det hele tatt. Men det vi også trenger, er kvalifisert eierskap. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra næringskomiteen

Som saksordfører har jeg gleden av å fremme næringskomiteens innstilling i representantforslaget fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden fra Venstre om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial. Jeg har først lyst til å uttrykke både glede og støtte til Venstres engasjement for denne typen bedrifter, og jeg er helt sikker på at jeg har en samlet komité med meg når det gjelder å uttrykke den type støtte. Forslaget berører viktige næringspolitiske spørsmål – Norges evne til å tilrettelegge for innovasjonsevne og nyskapning innenfor næringslivet. Dette spørsmålet er av vital betydning for vår framtidige verdiskapning og vår velferd. Så er det slik at Venstre er opptatt å få støtte for et konkret forslag om å erstatte dagens etableringsstipend med en «pre-seed»-ordning. Høyre støtter i sitt fellesforslag med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti at dette konkrete forslaget skal inngå i en bredere vurdering av tilgangen på risikokapital for små og mellomstore bedrifter i Høyre ser at det kontinuerlig må være en evaluering av dagens virkemiddelapparat for å underlette etableringsfasen for entreprenører med gode forretningsideer. Vi er kjent med sårbarheten for nystartede bedrifter; kun 50 pst. av nyetablerte bedrifter er i fortsatt drift etter ett år, og kun en av tre bedrifter er i drift etter fem år. Vi vet at tilgangen på privat risikokapital i Norge – såkalt såkornkapital – til dels er helt fraværende i idéfasen for svært mange bedrifter. Risikoen oppleves som for stor. Derfor er faktisk etableringsstipendordningen, som kan gis både før og etter etablering, av stor betydning i denne tidlige fasen. I tillegg vet vi at ofte kan være avgjørende i oppstartfasen, for disse bedriftene trenger mer enn risikokapital. Manglende markeds- og forretningsmessig kompetanse er i mange tilfeller kritiske faktorer både i tidligfasen og egentlig også i kommersialiseringsfasen. I tillegg mangler disse bedriftene ofte god rådgivning når det gjelder mangfoldet i både offentlige og private ordninger. Høyres poeng er at det trengs et bredt virkemiddelapparat for å stimulere innovasjonsevnen og nyskapingen innenfor næringslivet. Ulike virksomheter trenger ulike løsninger til ulik tid; vi trenger mer skreddersøm. Derfor mener vi regjeringen snarest må legge frem en bred vurdering og evaluering av dagens ordning, og se på hvordan tilgangen på risikokapital for små og mellomstore bedrifter kan forbedres. Her kan Venstres forslag inngå som et godt og spennende element. På dette grunnlaget anbefaler jeg komiteens enstemmige tilråding om at representantforslaget vedlegges protokollen. Videre tar jeg opp forslaget som Høyre har sammen med Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Da har representanten Torgeir Dahl tatt opp det forslaget han

som skal hjelpa oppstartselskapa, då med ei avgrensing på maks 200 ord per person, og at kvar person i tillegg må laga ei personleg motivasjonsbeskriving på maks 50 ord. Når det er sagt, forstår eg og støttar intensjonen i forslaget – å fremja etablering og vekst av bedrifter – og eg er einig i påpeikinga om at fasen frå idé til kommersialisering er vanskeleg, og det er mange bedrifter som fell Risikoen er faktisk for stor til at private investorar er villige til å gå inn. Treffsikre verkemiddel er viktig, og å drøfta korleis vi betre kan bidra til å tilføra slike selskap nødvendig kapital og kompetanse, er særs viktig. Arbeidarpartiet er samd i at det er særs viktig at det finst ordningar for å sikra god kapitaltilgang til næringslivet, og at det er spesielt viktig at regjeringa har eit særleg fokus på dette i sitt arbeid med å vidareutvikla verkemiddelapparatet. Eg er meir usikker på om desse selskapa som er heilt i startgropa, vil ha nytte av fjerning av formuesskatten og endring av grensa i SkatteFUNN-ordninga, slik Framstegspartiet og Høgre viser til som tiltak òg i denne innstillinga . Det vert litt som å seia at skattelette er svaret, men, unnskyld, kva var eigentleg spørsmålet? Det har vore mange drøftingar frå denne talarstolen og i andre fora og vi i Arbeidarpartiet, med næringsministeren i spissen, er alle opptekne av at ein følgjer nøye med i utviklinga i kapitalmarknaden for nystarta bedrifter, og at ein jobbar kontinuerleg med å forbetra eksisterande verkemiddel og vurderer behovet for eventuelle nye tiltak. Forbetringane med verkemiddelapparatet verkemiddelapparatet er som sagt ein kontinuerleg prosess, som vi òg må sjå i samanheng og i ein heilskapleg næringspolitikk, og å byggja eventuelle endringsforslag på evalueringar av ordningane, attendemeldingar frå organisasjonar, bedrifter og andre er etter vårt syn ein heilt rett måte å handsama dette på. Ein fekk sjølvsagt med seg gode innspel som vert fremja òg i denne Eg vil påpeika at inkubatorordninga og etablerarstipendordninga er viktige verktøy for mange, og det er ikkje slik som forslagsstillarane antydar, at offentlege pengar er berre pengar og ikkje intellektuell kapital. Innovasjon Norge står til teneste med mykje rådgjeving. Det gjer ein òg via kommunale eller interkommunale næringssjefar og andre offentlige ordningar. Til dømes stiller òg Investinor krav om å gå inn i styre der dei går inn med midlar – det same

Arbeidarpartifraksjonen har på sine bedriftsbesøk fått mange attendemeldingar på at rådgjevingsdelen er veldig viktig, spesielt i den tidlege fasen. Den raud-grøne regjeringa fører ein aktiv næringspolitikk for auka verdiskaping og auka sysselsetjing, og dermed auka velferd. Velferda vår er, som fleire har påpeika, avhengig av at det vert etablert, vidareutvikla og drive lønnsamme bedrifter. Men eg held fast ved at denne aktive næringspolitikken er eit klart kursskifte frå førre regjering. Det er ein politikk som faktisk har ført til nesten 300 000 nye arbeidsplassar, og av desse er to tredelar i privat sektor. Dette er viktige arbeidsplassar, og det viser at det fint lèt seg gjera å etablera bedrifter i Noreg med eit raud-grønt styre. Vi har òg vore gjennom ei finanskrise i denne perioden.

Dette er eit synspunkt som vi i Arbeidarpartiet òg vektlegg, og framlegga i det private forslaget tek vi med oss i det vidare arbeidet med å forbetra og vidareutvikla verkemiddelapparatet og betra kåra for nyetablerte bedrifter, òg dei bedriftene som ligg heilt i startgropa.

I 2009 ble det i gjennomsnitt etablert mellom ni og ti nye foretak hver dag. Imidlertid er det bare litt over halvparten av disse som forventes å ha fortsatt drift etter ett år. Innen en femårsperiode fra opprettelsen av foretakene regner en med at kun én av tre virksomheter fremdeles vil være i drift. Dette er tall som det er viktig å ta med seg i denne saken, og i

SkatteFUNN-ordningen bør styrkes, og det bør gis direkte skattefradrag for FoU-investeringer. Dette er skatteordninger som beviselig fungerer godt, og som det må satses videre på. Regjeringen Stoltenberg har gått motsatt vei og har faktisk svekket SkatteFUNN-ordingen. Omfanget av ordningen ble redusert ved at regjeringen Stoltenberg begrenset antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer per år og satte maksimal timesats til 500 Dessuten mener Fremskrittspartiet at formuesskatten har en rekke uheldige konsekvenser, bl.a. for innovasjonslysten – dette har vi sagt før, og vi sier det fortsatt – og de endringer regjeringen har gjort i formuesskatten, har i liten grad avhjulpet dette, selv om regjeringen både på inn- og utpust skryter av hvor mange som har sluppet formuesskatt. Når det gjelder bedrifter, er det ingen nevneverdig bedring for de mer kapitalkrevende. Fremskrittspartiet er helt klar på at de små og mellomstore bedriftene er den viktigste kilden til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv, og det å sørge for at bedrifter kommer seg gjennom den vanskelige oppstartsfasen må være sentralt i en helhetlig innovasjonspolitikk. Det er et paradoks at det nettopp er i denne fasen at mange bedrifter opplever mangel på kapital. Fremskrittspartiet mener derfor at regjeringen for lengst burde ha gjort en helhetlig vurdering av situasjonen og kartlagt aktuell virkemiddelbruk. Fremskrittspartiet vil understreke at det vil være en rekke tiltak i tillegg til en eventuell PS-ordning, som kan være aktuelle for å bedre tilgangen på risikovillig kapital, både for nyetablerte selskaper og i norsk næringsliv generelt, særlig i små og mellomstore bedrifter. Endringer i SkatteFUNN-ordningen når det gjelder grenser, definisjoner og attraktivitet, direkte fradragsføring av FoU-investeringer, styrking av BIA-programmet, særlig i forhold til kommersialisering av forskning, mer hensyn til innovasjon ved regler for offentlige innkjøp og nøytral moms i staten, inkludert helseforetakene, vil virke positivt for kapitaltilgangen i

Fremskrittspartiet mener det er markedets etterspørsel av varer og tjenester som vil være avgjørende for om virksomheten har et vekstpotensial eller ikke. Denne vurderingen er det ikke opp til det offentlige å foreta. Når det gjelder PS-ordningen, er Fremskrittspartiet av den formening at økt aktivitet med SkatteFUNN, Argentum fond-i-fond-løsninger og såkornfond vil være en bedre ordning enn det forslagsstillerne legger opp til, men tar vi det med i en vurdering – alt for å bedre muligheten for at bedriftene skal lykkes og utvikle seg videre til lønnsomme foretak. Det å si at den eller den bedriften kommer til å lykkes, er en umulig oppgave både for det offentlige og de private, og bra er vel det.

Dei offentlege støtteordningane i form av stipend og den typen ordningar som ikkje skal betalast tilbake, dekkjer den første idéfasen. I den andre enden har vi jo dei ordningane som baserer seg på at du får lån. Dei baserer seg på ei risikovurdering som bankane gjer, eller som såkornfonda gjer med noko høgare risiko, men ikkje nødvendigvis

ein bank eller i eit såkornfond. Det er vel kjent at veldig mange gründerar meiner at den fasen er veldig dårleg dekt i den norske kapitalmarknaden, og at det er behov for å diskutere om det kan lagast betre ordningar akkurat i den overgangsfasen som Venstre her påpeikar er eit viktig problem. Det er ein debatt som eg trur det er viktig at vi tek. Eg vil ikkje konkludere på kva ordningar som er dei beste, men det er behov for å finne ordningar som er betre enn i dag. Mellom den fasen der ein får stipend og direkte støtte, og den fasen der ein kan gå til dagens ordningar å få ei vurdering av sitt potensial og få eit lån, er det eit eit lån, er det eit hol, ei utfordring, som Venstre påpeikar, og som vi i SV meiner det er veldig viktig å gå inn i, for å diskutere kva som er den beste løysinga for å dekkje det holet. Den debatten skal vi veldig gjerne vere med på. Mi erfaring er at det ikkje er nok å leggje til rette for gode kapitalordningar. Det er også viktig å leggje til rette for gode rådgivingsordningar. For vi ser at

Det å ha god rådgiving er også veldig viktig for at bedriftene skal overleve den kritiske fasen. Det er fleire grunnar til at rådgiving er viktig. Det eine poenget er at ein gründer ofte er ein fagmann som ikkje har spesiell kompetanse i jus. Ein gründer som kjem inn i ein kapitalmarknad utan kompetente rådgivarar, kan veldig ofte bli overkøyrd av dei som sit på risikovillig kapital, og kan veldig ofte bli overkøyrd av dei som sit på risikovillig kapital, og kome ut med ein så liten eigardel, etter at denne har vorte utvatna av kapital, at han har mista all makt. Det med å ha ei god, kompetent rådgiving som sikrar at gründeren beheld ein rettmessig posisjon i bedrifta han har skapt, er ein viktig del av rådgivinga. Den andre viktige delen av rådgivinga har for så vidt det same utgangspunktet. Veldig ofte er gründeren ein fagmann som har ein god idé – han kan vere ingeniør, teknolog eller kva det måtte vere. Han kan business, han kan produktutvikling, men han kan ikkje dette med marknaden og det å lage forretningsplanar. Det å få ei rådgiving som gjer at dei i stand til å vurdere om dette er kommersielt liv laga og ikkje berre teknisk mogleg og fornuftig, er òg ein viktig del av rådgivinga. Min bodskap er at det – parallelt med at vi, som Venstre peikar på her, ser på om vi må ha andre låneordningar, om vi må ha andre stimuli til å lokke ut risikovillig privat kapital – er minst like viktig at vi styrkjer vidareutviklinga av dei nettverka som vi har gjennom SIVA og andre program, og ikkje minst at vi vidareutviklar slikt som FORNY-programmet, som har spesialisert seg på å kommersialisere forskingsresultat, og som i tillegg til å gi stipend, gir veldig god rettleiing av den typen eg nemner her.

La meg innledningsvis berømme forslagsstillerne for å legge fram et godt dokument. Dette forslaget løfter en viktig sak, nemlig myndighetenes muligheter til å legge forholdene til rette for at bedrifter kommer seg igjennom den vanskelige oppstartfasen. Eller sagt på en annen måte: Dette handler om selve grobunnen i såkornfasen. Det er innovasjon og nytenkning som er den største pådriveren for å utvikle samfunnet vårt. Vi har i dag tjenester og produkter som vi knapt nok kunne drømme om for bare 30 år siden. Dette kan vi takke smarte gründere og oppmerksomme investorer for. Men det er også vår jobb som politikere å sikre at denne utviklingen får fortsette å blomstre. Vi trenger bedrifter som skaper verdier, og vi trenger innovative bedrifter. Derfor er jeg nok en gang skuffet over at ikke regjeringspartiene støtter dette forslaget.

Innovasjon og nytenkning er det som driver Norge fremover. Kristelig Folkeparti mener derfor at det er viktig at staten legger til rette for å gi nye innovative og nytenkende selskaper en god start. Vi mener også at økt satsing på forskning, innovasjon og god, offentlig infrastruktur er sentrale suksesskriterier for et verdiskapende næringsliv, som skal bære kostnadene for kommende generasjoner. Folkeparti ønsker derfor et skattesystem som ikke ødelegger for entreprenørskap, ikke ødelegger for innovasjon og vekst i næringslivet. Kristelig Folkeparti støtter dette forslaget og mener at ordningen kan være både smart og virkningsfull. Ordningen, slik den er forstått, kan føre til at flere nystartede selskap kan få sårt tiltrengt privat kapital på et tidligere og gi dem en mulighet til å få en raskere utvikling og til å øke lønnsomheten tidligere. Ordningen vil også føre til at nystartede selskap kan ha fokus på drift av selskapet og utvikling av produkter og konsepter fremfor å bruke tid på å hente kapital eller søke om støtte gjennom ordninger. Det er også positivt at ordningen vil gi investeringsselskaper både risikoavlastning i en tidligere fase, flere prosjekt å velge mellom og mulighet til å være med og forme selskapet allerede fra begynnelsen. Alt dette vil bidra til å øke interessen rundt det å investere i nystartede selskap. Kristelig Folkeparti støtter derfor forslag nr. 1, slik det fremgår av

hvordan en god forretnings- eller næringsidé kan komme forbi idé- og oppstartstadiet og bli et selskap som kan vokse, og forhåpentligvis ha et potensial av internasjonal karakter. Bjor hadde ett hovedbudskap. De offentlige virkemidlene bør deles opp i generelle virkemidler for alle oppstartselskaper og spesielle virkemidler for vekstselskaper, altså selskaper som åpenbart har et potensial til å bli noe stort, men som trenger hjelp over kapitaltørkekrisen – eller dødens dal, som vi har illustrert det i vårt forslag. Resultatet av det møtet og flere påfølgende møter er det representantforslaget vi behandler i dag. Venstre er som kjent ikke representert i næringskomiteen. Det bærer dessverre den innstillingen som vi i dag debatterer, preg av. Nå setter jeg riktignok pris på de positive ord som saksordføreren har kommet med. men ikke minst i merknadene fra regjeringspartiene møtes det med det sedvanlige: Greit nok dette, men regjeringen gjør allerede alt som er mulig å gjøre. Eller enda mindre forpliktende: Regjeringen følger utviklingen. Svaret komiteen har fått i brevet fra næringsministeren datert 19. januar, er med respekt å melde en vits, og det blir ikke spesielt bedre av at flertallet viser til nettopp dette brevet i sine merknader. merknader. Dersom det er slik at regjeringen og regjeringspartiene «følger utviklingen», har de en svært underlig måte å gjøre dette på. Et godt eksempel er den landsdekkende etablererstipendordningen i Innovasjon Norge, som ble lansert som et motkonjunkturtiltak i forbindelse med krisepakken 2009. Nærings- og handelsdepartementet bemerker selv i sin budsjettproposisjon for 2011: 2011: «Det ble i 2009 øremerket 150 mill. kr til landsdekkende etablererstipend. 88 pst. av det bevilgede beløpet er gitt til prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå og 81 pst. er bevilget til prosjekter med produkt-/tjenesteinnovasjoner.» Selv om tilgangen på innovative prosjekter av høy kvalitet altså er dokumentert høy, og Nærings- og handelsdepartementet i sin budsjettproposisjon viser til at etablererstipendordningen fokuserte spesielt på innovasjonselementet, velger regjeringen og regjeringspartiene altså å fortsette å kutte midlene til denne ordningen. I statsbudsjettet for 2011 er det kuttet fra 50 til 20 mill. kr. Dette er nettopp det motsatte av den politikken regjeringspartiene foreskriver i sine merknader. Hvordan kan man vite at et oppstartsselskap har et stort vekstpotensial? Det kan man selvfølgelig ikke vite helt sikkert. Men en god pekepinn er om det er kvalifiserte investorer som er villige til å satse, og satse rimelig risikobasert kapital i selskapet. Det er nettopp dette som er grunnleggende for det forslaget Venstre har fremmet, og som vi nå behandler. Vi foreslår å vri dagens støtteordninger slik at de selskapene som er kvalifisert, og som kan vise til at de har tilsagn fra investorer, investorer, oppad begrenset til f.eks. 1,5 mill. kr, får et tilsvarende offentlig stipend eller støtte. Etter å ha fulgt debatten så langt er jeg vel nølende og betinget optimist. Det er mulig jeg blir litt mer optimistisk etter å ha hørt statsråden, som kommer etter meg. Jeg mener at Venstres forslag er svært konkret og målrettet når det gjelder å legge til rette for flere av de kunnskapsbedriftene vi trenger for å sikre velferden i framtiden. Ikke minst er det viktig innenfor et større perspektiv når det også gjelder klima- og miljøvennlige løsninger. Jeg håper at statsråden kan bekrefte at dette er et forslag han ikke vil ta med seg for å legge nederst i skuffen, men faktisk noe som han og regjeringen vil vurdere seriøst. Som det framgår av forslaget, trenger ikke dette å være spesielt kostnadskrevende heller. Jeg tar til slutt opp det forslag som er omdelt i salen, og som er identisk med det forslag som er fremmet i Dokument 8:47 S. Representanten Ola Elvestuen har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er

i forslag i denne sal. Det betyr at det er et stort engasjement bak det, det betyr antakelig at det er gjort et godt forarbeid med kontakt med folk som har erfaring på dette området, og jeg oppfatter forslaget som et konstruktivt innspill til hvordan de ordningene vi har, kan bli enda bedre. Inntrykket av forslaget er at det ikke er noe som skal komme i tillegg til de virkemidlene som allerede eksisterer, men at det går på hvordan de virkemidlene vi har, enda bedre kan vris inn mot hva bedriftene faktisk trenger. Vi er, som i en tidligere debatt her nevnt, inne i en stor gjennomgang av de virkemidlene vi har. Behovet for kapital i ulike bedrifter er noe vi følger i den prosessen, og vi jobber løpende med å se hvordan de systemene vi har, passer til de ulike fasene i en bedrifts etablering og vekst. Som regjeringen varslet i sin politiske plattform, vil vi gjøre en samlet vurdering av ordningene med statlig kapitaltilførsel til små og mellomstore bedrifter i en tidlig fase. Siktemålet er at vi kommer fram til et system som sørger for at bedrifter med gode og lønnsomme ideer kan få finansiering. Jeg er glad for det underliggende premiss som egentlig ligger i forslaget, nemlig at staten og det offentlige har en viktig Det er ikke alle som mener det, men det skinner veldig godt gjennom i forslaget fra representantene at man mener at det offentlige med et godt virkemiddelapparat kan bidra til vekst- og næringsutvikling. Så er det slik at Innovasjon Norges ordninger er på et rekordnivå. Riktignok har vi tatt ned noen av de midlertidige innsatsene i finanskrisetider, det varslet vi da vi kom med dem, men fortsatt er altså de virkemidlene Innovasjon Norge har, på et veldig høyt nivå. Det vil de fortsette å være i årene framover, og så får vi jobbe sammen for å gjøre dem mest mulig effektive. Det blir replikkordskifte.

andre.» Da er spørsmålet mitt: Hva betyr egentlig dette? Hva er gjort, og hva har det gitt av resultater? Og hva vil dette svaret gi av resultater, og hvilke resultater vil det gi i forhold til de forslag som Fremskrittspartiet har foreslått gjennom alle år, som er blitt nedstemt under denne regjeringen?

kan bidra til innovasjonslån, etablererstipend, innovasjonstilskudd, tapsavsetninger osv., som vi har 213 mill. kr til i budsjettet for 2011, og jeg mener at staten også spiller en stor rolle gjennom det eierskapet vi har i mange bedrifter. Så jeg tror vi har mye midler til disposisjon. Det jeg oppfatter at Venstre foreslår i dette forslaget, er forbedringer på hvordan dette skal være mer målrettet mot de behovene bedriftene har. Det er en innfallsvinkel jeg synes er konstruktiv, og det er et spor jeg ønsker å følge i det arbeidet vi har framover, bl.a. i den helhetlige gjennomgangen etter evalueringen av Innovasjon Norge. Statsråd Trond Giske er en spennende, uredd og ukonvensjonell politiker, noen ganger frittalende, andre ganger kanskje mer uklar. Jeg vil gå inn på noe der han har vært ganske tydelig. Og Høyre har lyst til å støtte statsråd Trond Giskes åpne erkjennelse av at fjerning av formuesskatten har stor betydning for det private eierskapets evne og vilje til å bidra med risikokapital. Så er det slik at statsministeren har vært like tydelig og sagt at dette ikke er regjeringens politikk. Da er mitt spørsmål: Har statsråden tro på at han kan få gjennomslag for sine ønsker om å fjerne formuesskatten, og kan han opplyse oss om hvordan han har tenkt å oppnå det? Det er vel en replikk som ligger litt på siden av saken vi behandler, men jeg vil likevel si at jeg er åpen for alle endringer som bidrar til at næringslivet går bedre. Men jeg har sagt at det er noen forutsetninger for å få til en slik endring,

godtar. Da må man vri skatten over på andre ting, og der har jeg oppfattet at opposisjonsledere har vært ganske avvisende. Men vi har gjort endringer i formuesskatten. En halv million færre mennesker betaler formuesskatt i dag sammenlignet med slik situasjonen var under Bondevik II-regjeringen. Dette har skjedd under den

Jeg vil imidlertid gi statsråden en anledning til å bruke det neste minuttet på å forklare hva han faktisk mener om forslaget fra Venstre. Som jeg sa i mitt innlegg, så synes jeg forslaget er interessant, særlig premisset for forslaget, nemlig at vi må se på om de virkemidlene vi har, er innrettet fornuftig i forhold til de ulike fasene et selskap befinner seg i. De tilbakemeldingene jeg får når jeg reiser rundt til bedriftene i Norge – noe jeg bruker mye tid på – er at det ikke nødvendigvis er helt innstilt mot der behovene er størst. Formålet med de offentlige ordningene er på en måte å prøve å tette de hullene som det private markedet skaper, nemlig at de kanskje ikke i tilstrekkelig grad tar risikoen og er til stede for de bedriftene som likevel har et løste dette, hadde det ikke vært behov for de offentlige ordningene. Men det er nok kanskje i grenselandet for hvor detaljert Stortinget skal gå inn i de enkelte ordningene i Innovasjon Norge – i hvert fall har det ikke vært tradisjon at vi har vært så detaljert. Men det er et godt innspill som vi tar med oss når vi skal jobbe med dette videre. Replikkordskiftet er

og i andre perioder var svært uklar, nærmest slørete. Jeg må si at svarene til Elvestuen i dag, og også til Torgeir Dahl og til Bredvold, vel var av den relativt uklare arten. Og sånt må vi vel venne oss til etter hvert. Komiteens mindretall gir, gjennom det forslaget som ligger der, støtte til Venstres forslag.

henviser til de hullene de private skaper når det gjelder finansiering av bedriftene. Det kan jo hende at det nettopp er skatteregimet som gjør at man har problemer med å få på plass tilstrekkelig med risikokapital, at man har problemer med å få tilstrekkelig kapital i den mest innovative fasen, særlig i såkornfasen, der du skal prøve ut ideen din, og der sannsynligheten for å lykkes faktisk kan være relativt liten.

etter hvert som de forskjellige pakkene har blitt presentert, etter hvert som endringene har kommet, er det nettopp Stortinget som har vært med og behandlet det – og til tider også vært pådriver for å få det. Og når statsråden i replikkordskiftet med representanten Bredvold sier at man ikke kan gi samme ros når det gjelder bruken av offentlige midler, til Fremskrittspartiet som til Venstre, ja da er det på Da er det på tide at statsråden begynner å følge med på hva som skjer i denne sal. Fremskrittspartiet har gitt støtte til hele den pakken som han kom med i forbindelse med finanskrisen. Når det gjelder alle de offentlige virkemidlene, var Fremskrittspartiet med på å støtte statsråden, fordi det var viktig i den fasen. Men nå er det på tide at vi drar oss videre og ser på andre typer virkemidler. Derfor burde denne sal ha fått seg forelagt en gjennomgang av hele Innovasjon Norge, og ikke bare få høre at det er regjeringen som skal utarbeide en strategi. Det ville vært et viktig signal, og da kunne vi sett nettopp disse tingene i sammenheng. Jeg håper at statsråden benytter anledningen til nettopp å vurdere Venstres forslag og mindretallets forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er snarest mulig. Flere har ikke bedt om ordet til sak

til prosesser av mer politisk karakter, som Barcelona-prosessen og stabiliseringsarbeidet på Vest-Balkan. Gjennom frihandelsavtalen med Serbia ønsker EFTA å bidra til økt stabilitet i regionen og styrke den økonomiske utviklingen i Serbia. Denne frihandelsavtalen omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Avtalen inneholder også basisbestemmelser for offentlige anskaffelser og tjenester. Det er også inngått egne avtaler mellom hver av EFTA-statene og Serbia om handel med landbruksprodukter som inngår som del av frihandelsavtalen. Gjennom avtalen har Norge fått forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Dette reguleres bl.a. ved å fjerne toll for industrivarer senest fire år etter En samlet komité er opptatt av at frihandelsavtalen også fokuserer på menneskerettighetene, og er i den forbindelse positiv til at dette er tatt opp som et tema i avtalen. Menneskerettighetssituasjonen i Serbia har bedret seg betydelig, men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder disse utfordringene. Men også miljøhensyn og næringslivets samfunnsansvar bekreftes som viktige fortalebestemmelser fra partenes side. Næringskomiteens utkast til innstilling har vært oversendt utenriks- og forsvarskomiteen, som har sluttet seg til en samlet næringskomité, som samtykker i ratifikasjon av denne frihandelsavtalen. Flere har ikke bedt om ordet til sak

oss det. Den ene er å

vi har,

enkel.

har vi fremmet forslag

Han er